Presidenten vil kort nevne noe informasjon knyttet til den virksomheten vi har hatt i året som gikk. Stortinget har i løpet av dette året avholdt 107 møter. Fjorten møter ble avsluttet i tidsrommet mellom kl. 16 og 18. I tillegg er det avholdt 28 kveldsmøter. Åtte møter er gått utover den reglementsmessige tid, kl. 22, mens kun fire møter har vart utover kl. 24. har fremmet 183 saker for Stortinget, fordelt på 100 stortingsproposisjoner og 49 lovproposisjoner samt 4 kombinerte proposisjoner og 30 meldinger. Stortingsrepresentantene har fremmet 173 representantforslag. Komiteene har lagt fram 446 innstillinger. Regjeringen har bidratt til debattene i Stortinget med 13 redegjørelser i Antall spørsmål til den ordinære spørretimen har vært 298, mens det har vært 139 hovedspørsmål i den muntlige spørretimen. Regjeringen har besvart 124 interpellasjoner, og det er det høyeste antallet som noen gang har vært behandlet i løpet av et stortingsår. Skriftlige spørsmål til regjeringen er per i dag og da er det igjen satt rekord i antall, med en økning på ca. 10 pst. fra forrige storting. Stortinget gjorde sju såkalte anmodningsvedtak. Møteavviklingen i Stortinget har gjennomgått noen endringer i løpet av det stortingsåret vi nå har bak oss. Vi har i større grad fullført møter uten å ta pause og sette kveldsmøte. Presidenten har inntrykk av at erfaringene med det er tilfredsstillende, men presidentskapet vil også ta med erfaringene fra denne høsten før vi foretar en endelig evaluering. Så får vi vurdere om det kan bli aktuelt å utvide praksisen med å fjerne pausen mellom formiddagsmøter og kveldsmøter ytterligere. Til slutt vil presidenten takke alle som har vært involvert i Stortingets virksomhet i året som gikk, for innsatsen og erklærer forhandlingene i det 155. storting